bruk, ut fra gjennomtenkte konsepter for sin tid. Nå velger regjeringen å tømme dem for deres funksjoner. Det er vanskelig for meg å forstå. Kulturminister Anniken Huitfeldt vil sette spor etter seg på dette området. Vi vil få en ny epoke innenfor For relativt kort tid siden lot vi stavkirkene rive eller falle ned av seg selv, av mangel på vedlikehold. Dette er ikke noe vi er stolte av, også det er en epoke som vi gremmes over. Står vi ikke her overfor et sammenlignbart kulturhistorisk kjempefeilgrep? Har nasjonsbygging og historiske epoker mistet all sin betydning? Har vi fått en ny epoke i Norge i dag – Huitfeldt-epoken? Jeg vil også framheve tiltak som aktiviserer barn og unge, som er viktige for Fremskrittspartiet, og de frivillige lag og organisasjoner som fanger opp breddeaktiviteten. Her får komiteen stadig vekk signaler. Vi var på komitéreise til Hordaland og besøkte Fjell kommune og et idrettslag. Hva forteller de oss? Jo, for at de skal kunne søke på momskompensasjonsordningen, må de ha revisorer og advokater. De driver sitt arbeid frivillig! Det er ikke sånn vi vil ha det i Frivillighets-Norge. Jeg er svært bevisst på det faktum at politikere ikke selv vet best hva som er dårlig for høyst subjektive vurderinger. Derfor er det viktig å la folk bestemme selv. Det er best at kulturlivet innretter seg etter folks ønsker og etter dem som engasjerer seg, slik at det blir mulig å nå flest mulig med mest mulig kultur, altså kultur for folk vil til enhver tid være mer variert enn hva offentlig subsidiert kultur kan tilby. Nettopp derfor er jeg stolt over at Fremskrittspartiet kan legge fram et alternativt forslag nettopp på dette området. Vi ønsker bredden. Vi ønsker å nå ungdommen. Vi Jeg ønsker å fremme Fremskrittspartiets forslag og de forslagene der vi er medforslagsstiller. Representanten Ib Thomsen har tatt opp de forslagene han refererte til. Det blir replikkordskifte. Fremskrittspartiet sier stadig vekk at de er å ivareta den norske kulturarven. Samtidig som de formulerer dette i ord, kutter de totalt 1 mrd. kulturkroner i sitt alternative budsjett. Jeg lurer på hvordan representanten kan forsvare et slikt kutt, samtidig som de kommuniserer til omverdenen at de er opptatt av å ta vare på norsk kulturarv. Spørsmålene mine er: På hvilken måte mener Fremskrittspartiet at de kan sikre norsk kulturarvs framtid gjennom massive kutt i statlige tilskuddsordninger? Kan representanten være sikker på at dette ikke vil føre til at en stor del av norsk kunst- og kulturarv og ikke minst norsk kunst- og kulturframtid kan forsvinne eller aldri bli oppdaget? Jeg er litt usikker på om representanten hørte mitt innlegg. Jeg sa nemlig under hele innlegget at Fremskrittspartiet ønsker å prioritere annerledes. Vi ønsker å bygge frivillighetskulturen og ungdomskulturen. I vårt alternative budsjett i Stortinget øker vi kommunebudsjettet. Hvis representanten har fått med seg alle de tragiske reportasjene på TV 2 om eldreomsorgen i kommunene våre og om barnevernet som ikke fungerer, vil hun se at det er nettopp dette Fremskrittspartiet prioriterer. Så har vi sagt at vi er for frivilligheten og for barnekulturen. Vi vil ikke bruke alle kulturpengene i Oslo, men ute i Kommune-Norge. Vi vil ha
Min replikk er litt i samme retning som replikken til Lene Vågslid. Representanten Thomsens kollega, Christian Tybring-Gjedde, sa i en kronikk i Aftenposten tidligere i år at det flerkulturelle Norge var en trussel mot norsk kultur. Men det jeg tror er den største trusselen mot norsk kultur, er Ib Thomsen-epoken, for han vil kutte med 1 mrd. kr til Kultur-Norge. Mitt spørsmål er: Hvordan kan representanten Ib Thomsen forsvare sånne kutt i kulturen, også kutt i kulturen til eldre? Det var nesten det samme spørsmålet som jeg fikk av jeg fikk av forrige replikant. Jeg kan nesten si det samme om igjen. Jeg vil kanskje legge til at det å styrke kommunene har vært viktig for Fremskrittspartiet. Det har vi nemlig bevist ved at vi øker budsjettene til kommunene. Når kommunene får et så stort ansvar av Regjeringen som de gjør – de skal ta vare på bredden, de skal ta vare på kulturen, de skal ta vare på eldreomsorgen, de skal bygge opp kulturskolene, det skulle være et satsingsområde for regjeringsspartiene – er det jo nettopp den måten vi bør kanalisere midlene våre på. Så helt avslutningsvis i dette replikkordskiftet vil jeg si at jeg synes det er synd at SV ikke er med på å styrke kulturarven, at de ikke ser hvor viktige kulturskatter vi har i Oslo, med disse bygningene som jeg var inne på i innlegget mitt. Det at Fremskrittspartiet er

sånn i budsjettet som det vi gjør, synes jeg er spennende. Jo, vi vil ta vare på den kulturarven vi har. Det har jeg sagt i innlegget mitt og i flere svar her. Vi ønsker som sagt ikke å bygge nytt. Vi ønsker å holde ved like det vi har. Regjeringen, de partier som styrer i dette landet, ønsker å bygge stort på Vestbanen. Det ser foreløpig ut til å koste 3–4 mrd. kr, men det kan koste mer. Nettopp for de pengene kunne man kanskje vedlikeholdt en del av det man har, som man ikke kommer bort fra, og som er en forpliktelse som man allikevel

Det handler om å se livet som en sammenhengende dannelsesprosess, der vi beveger oss fra epoke til epoke, og hvor vi vil styrke vårt eget utgangspunkt. Det handler om en kulturpolitikk som bygger nedenfra. Det handler om en kulturpolitikk som vil satse på den innsats hver enkelt av oss har å gi. Det handler om en kulturpolitikk som vil satse på den innsats hver enkelt av oss har å gi. Derfor satser vi på det frie feltet, vi ønsker å styrke det. Vi ønsker å styrke entreprenørskap i kulturlivet, mulighetene for å bygge egne prosjekter på tvers av sjangre eller i egen sjanger. Vi ønsker en bredde i finansieringskildene som kan styrke det mangfoldet vi trenger for å ha et riktig og dynamisk kulturliv. Vi er skeptiske den sammenheng skeptiske til den utviklingen vi har hatt i denne regjeringens periode, som har gått i retning av stadig færre og større administrerende institusjoner. Det kan være Kulturrådet, det kan være Filmens hus, det kan være Nasjonalbiblioteket. Det kan i og for seg også være enkelttiltak, som er fantastisk flott å ha fått til, som Dansens Hus, men som også har en sentraliserende rolle hvis man ser på dette i en helhet. Vi ønsker å utløse muligheter, uansett sosial bakgrunn, etnisk bakgrunn eller geografisk tilhørighet. Det handler om hvordan vi som mennesker deltar i de daglige fellesskap, fra familie til jobb eller aktivt kulturliv for den saks skyld. En slik viktig arena er frivillighetens mange, mange rom. Vi er opptatt av at frivilligheten skal ha gode vekstvilkår, og at frivilligheten skal gis mulighet for vekst også i et samfunn hvor tidsklemma gjør seg gjeldende for mange av oss. Vi har hatt mange saker om frivillighet og diskutert det ved mange korsveier. I denne budsjettdebatten velger jeg ved mange korsveier. I denne budsjettdebatten velger jeg ikke å legge så stor vekt på det tidsmessig. Jeg vil bare understreke det som er hovedpunktene fra Høyres side, nemlig en frivillig sektor hvor vi ikke ser på frivilligheten som et instrument, men som noe som kan utvikle seg som et fritt sivilt samfunn. Vi ønsker en avbyråkratisering. Vi mener at det er grunn til å få opp farten når det gjelder Frivillighetsregisteret, når det gjelder å sørge for at også de små organisasjonene har en lett inngang til de goder og de muligheter vi ønsker å koble opp mot Frivillighetsregisteret. Vi ønsker en mer offensiv momspolitikk. Vi ønsker at momsrefusjonsordningen skal være uten tak, altså en overslagsbevilgning, men når ordningen er som den er, velger vi i år å styrke momsen for idrettsanlegg med 50 mill. kr. Det henger sammen med mange innspill vi får fra idrettsanleggsutbyggere landet over, der frivilligheten har et stort ugjort potensial, men der momsrefusjonsordningen, eller momsordningene, blir stående i veien.

Det er ikke spesielt for vårt samfunn; det er nok mer tydelig i den type samfunn vi lever i. Vi skal jo i fremtiden leve av vår kreativitet, vår evne til å skape nye ideer, vår evne til rask omstilling. Vi skal som mennesker bruke mange av de kvaliteter og de kompetanseområder som kulturlivet er bærer av. Da er det viktig at vi har et kulturliv som også gir et lite marked, en liten kultur som den norske, gode rammer og gode vekstmuligheter for innbyggerne som bor der. Det tror jeg vi skal glede oss over at vi faktisk har i Norge. Det er allikevel viktig å være oppmerksom på noen ting som kunne være bedre. Da kommer jeg til Kulturrådet. Som jeg sa innledningsvis, er det min oppfatning og Høyres holdning at vi under denne regjeringen dessverre har sett ganske sterke føringer når det gjelder maktkonsentrerende grep. Et av de viktigste er Kulturrådet. Man har altså samlet mer makt i Kulturrådet, man ser at regjeringen legger område etter område inn under rådets forvaltning. Man har satt inn et mindre råd, og man legger mer – hva skal jeg si – skjønnsansvar over i rådet gjennom en faglig forankring av rådsmedlemmene. Vi mener at det vi har sett av dette så langt, ikke tegner særlig bra. Vi er redd for at Kulturrådet i enda sterkere grad enn det vi så før, vil bli et panel smaksdommere i forhold til herskende retninger for hvordan man i kulturlivets debatter definerer den kvalitativt gode kunst. Det er en veldig farlig utvikling, som synes å styrke seg. Så til det som var mitt spørsmål i replikkordskiftet med representanten Da tok jeg opp spørsmålet om hvordan styringsdialogen – det er et ord jeg er litt usikker på om jeg liker, men vi bruker det i alle fall til så lenge – mellom regjering og storting skal være når det gjelder Kulturrådet. I denne budsjettprosessen har vi sett at regjeringspartiene i Stortinget har satt i gang en formidabel ryddesjau mellom postene 74 og 78 – altså de som skal ligge under Kulturrådets forvaltning, og det som blir oppfattet som faste poster på statsbudsjettet. Det regner jeg med henger sammen med en nokså massiv tilbakemelding fra kulturlivets aktører, som misbilliget å skulle underlegges Kulturrådets skjønn, ikke et spesielt godt signal, i og for seg, heller ikke i forhold til spørsmålet om hvordan Kulturrådet oppfattes. Jeg undres på hva som egentlig er rammene for Kulturrådet. I det ene øyeblikket i merknadene sies det at her skal det gis mer makt og mer skjønn, og her skal man styre og skalte og valte. I neste øyeblikk sier man at nei, Stortinget skal fortsatt kunne plassere poster, man skal fortsatt kunne gripe inn i hvordan Kulturrådet styres. Ser man på dette, har man for det første flyttet en god del poster ut av 74-posten. Man la Kattas Figurteater direkte inn i post 55. Når begynte vi med det? Jeg kan ikke huske at vi har gjort det. For meg er det å overstyre den fordeling Kulturrådet gjør under postene 55 og 56. Riktignok la vi også Dokkhuset Scene inn under post 56, men det fulgte da penger med, i den forstand at vi forsynte oss av statsrådens disposisjonspost for å betale den moroa, mens regjeringspartiene glatt la Dokkhuset Scene inn under 74-posten, uten å ta med et eneste øre fra 56-posten. Man dyttet altså noe inn som kom til å fortrenge noe annet. La meg ikke bruke tid på å grave dypere i dette, men dette er rett og slett et rot som det må ryddes opp i, og hvor det kreves helt andre holdepunkter, rett og slett. Avslutningsvis har jeg lyst til å plukke opp de utfordringene som statsråd Huitfeldt har tatt opp i den siste tiden. Huitfeldt har pekt på viktigheten av å bringe nye grupper inn på kulturlivets arenaer. Jeg har skjønt at det kanskje vil bli hennes merkevare fremover å se på hvordan nye grupper skal slippe til innenfor kulturlivet.

dette. Jeg kommer i et senere innlegg til å utfordre statsråden på hvilken styringsdialog hun har tenkt på med hensyn til alle de som mottar tildelingsbrev fra departementet når det gjelder akkurat disse problemstillingene – i hvilken grad vi får en repetisjon av mangfoldsårets pekefinger fra hr. Giske, og i hvilken grad dette vil bli et tema kulturinstitusjonene må finne ut av selv. Jeg gir meg med dette, og kommer tilbake til disse spørsmålene. Har representanten lyst til å ta opp forslag? Ja, en rekke forslag. Jeg vil for det første ta opp de forslag som Høyre er med på. I tillegg vil jeg annonsere at Høyre også vil støtte noen av Venstres forslag, nr. 35, 37, 38 og 39. Vi støtter også regjeringspartienes forslag, forslag nr. 34, i den forstand at vi kommer til å stemme for budsjettrammen. Måten å gjøre det på har jeg skjønt må være å støtte det fremlagte forslaget fra regjeringspartiene, altså forslag nr. 34. Representanten Olemic Thommessen har tatt opp de forslagene han refererte til. Han har også avgitt en

tildelingen. Mitt spørsmål blir da todelt: Hvordan skal dette taket bygges, og hvilke aviser i det norske medielandskapet vil lide en brå avisdød etter 2013, hvis dere kommer til makten sammen med deres blå venner fra Fremskrittspartiet? Nå er det nok slik at før vi kommer til 2013, må regjeringen ha gjort noe med mediepolitikken sin, og jeg venter med spenning på Sletholm-utvalgets utredning som er annonsert om ikke veldig lenge, går jeg ut utvalget vil komme til å gi oss – håper jeg – et grunnlag for en nokså grunnleggende gjennomgang av alle virkemidlene i mediepolitikken. Høyre har alltid vært skeptisk til produksjonstilskuddet til avisene fordi direktetilskudd skaper etter vår oppfatning et avhengighetsforhold mellom stat og mediebedrift, som vi ikke synes er bra. Det vi i tillegg har sett gjennom årene, er at produksjonstilskuddet ikke har fungert særlig godt. Realiteten er at da dette ble innført på slutten av 1960-tallet, var det stort sett to aviser i alle småbyer i Norge, og det var nummer to-avisene man ønsket å støtte gjennom pressestøtten. I dag tror jeg det er åtte utgiversteder i Norge som har to aviser – altså har denne ordningen ikke fungert. Høyre tror derfor vi må finne bedre løsninger, og tillater oss å stryke det i år, som vi har gjort i mange år før. Mitt anliggende er

under direktebevilgning. Så kom det utredninger som viste at dette kan true pressens uavhengighet i NRK, fordi de må slåss mot helsekroner, mot andre kroner, og at det å være kritisk til regjeringen kan føre til mindre bevilgninger. Har Høyre skrinlagt disse planene som følge av utredningen, og er de nå for kringkastingsavgift, eller er de enig med sine venner i Fremskrittspartiet og vil privatisere NRK? Høyre har et landsmøtevedtak på at NRK bør overføres til statsbudsjettet. Det er den store forskjellen på Fremskrittspartiet og oss. Fremskrittspartiet vil jo privatisere NRK. Det har ikke Høyre noen planer om. Høyre noen planer om. Høyre ønsker en sterk allmennkringkaster, og vi tror at allmennkringkasteren i årene som kommer, vil få nye oppgaver også, altså enda sterkere kulturpolitiske oppgaver enn det vi kanskje har sett så langt. Høyre ser for seg en god og rik fremtid for NRK, men vi mener altså at det er naturlig å finansiere NRK direkte over statsbudsjettet. statsbudsjettet. Det er jo også slik at vi bestemmer lisensen. Det er jo ikke sånn at vi ikke har hånden på rattet i forhold til hva NRK får, og da er kanskje heller ikke forskjellen så veldig stor, om de får det på den ene eller andre måten. Vår måte er i alle fall billigere og enklere. Replikkordskiftet er omme. Da Winston Churchill ble spurt om å kutte i bevilgningene til kultur under annen verdenskrig, skal han ganske enkelt ha svart: Men hva er det da vi

følger vi opp Kulturløftet, og vi er på god vei mot 1 pst. I dette landet skal vi ikke bare ha noe å leve av. Vi skal også ha noe å leve for. Kultur er ikke et luksusgode eller et overskuddsprosjekt. Det er en helt sentral del av det som gjør et land godt å leve i. Kultur er et velferdsgode. Festtaler av denne typen er blitt holdt i kulturdebatter i årevis, men siden 2005 har vi heldigvis hatt en regjering som har fulgt opp med midler og med handling. Kulturbudsjettet er i dag på totalt 8 mrd. kr, en økning på hele 3 mrd. kr siden vi tok over for fem år siden. Jeg vet at opposisjonen irriterer seg grenseløst over at regjeringspartiene skryter av Kulturløftet, men det bryr jeg meg ikke om. Jeg er stolt av å være en del av en regjering som følger opp egne løfter på et felt som altfor ofte har vært nedprioritert.

Fremskrittspartiets politikk er å ta kulturen fra folk, og den er elitistisk. SVs politikk er det motsatte. Vi løfter kulturen i alle sjangre, fra opera til revy, rock, country, vi løfter dansen, vi løfter filmen, fordi det verken er politikere eller lommeboken din som skal avgjøre hva slags kulturopplevelser du skal kunne oppleve. Jeg er spesielt glad for at vi skal få en egen nasjonal scene for rock, jazz og elektronisk musikk på USF Verftet i Bergen. Dette er en sjanger som altfor lenge har ligget etter på bevilgningssiden. Hva gjenstår? Det gjenstår fortsatt oppfølging av Kulturløftet. Vi ønsker en sterkere fokusering på kulturskolen i årene framover. Det er tydelig at der trenger vi satsing. Jeg ønsker mer fokus på at kunstnere i større grad skal kunne leve av kunsten sin. Helt til slutt vil jeg si at pressestøtten er en av de viktigste premissene for et velfungerende demokrati, for god samfunnsdebatt og for et godt mediemangfold. Jeg ser fram til Mediestøtteutvalgets innstilling, men jeg er fornøyd med at vi opprettholder pressestøtten og styrker NRK. Det blir replikkordskifte. SV løfter ikke kommuneøkonomien, og den er viktig for at landet skal fungere. Den er

lover regjeringen en kulturskole, en kulturskole som er god, som gir et bredt tilbud, og som ikke har køer. Hvordan skal regjeringen sørge for at vi får en kulturskole i alle kommuner, som ikke har lange ventelister? Er det ved øremerking av midler man har tenkt å løse den oppgaven også i kommunen?
si at denne regjeringen har hatt store økninger i kommuneøkonomien og har gjort det til et av sine varemerker. Det er jeg veldig glad for. I tillegg er jeg glad for spørsmålet om kulturskolen, som er en hjertesak for SV. Det er mange mange måter vi skal gjøre kulturskolen mer tilgjengelig og bedre for folk. For eksempel ønsker SV at den skal bli en del av skolehverdagen, en del av SFO, som representanten Gjul var inne på. Vi må diskutere makspris, og vi må selvfølgelig diskutere større bevilgninger. Representanten Barstad mente at opposisjonen irriterte seg over skryt av Kulturløftet. Det har hun helt rett i. Men da vi fikk denne proposisjonen, kunne vi under forskning lese at nå skal det forskes, og det synes vi er på tide. Det er viktig med kulturforskning, for vi trenger mye kunnskap om det. er å få en overordnet kunnskap» – dette er en forskningsrapport som skal gjøres – «om effekter av den kulturpolitikken som har vært ført i perioden omfattet av Kulturløftet.» Er ikke dette kanskje, oppriktig talt, en litt snever ramme? Altså: Vi har en tradisjon som handler om at vi går fra kulturmelding til kulturmelding, f.eks. med ti års mellomrom. Kunne det ikke vært et poeng at vi fikk en forskningsrapport som så på kulturutviklingen i en litt bredere sammenheng, enn bare å lage en slags skryterapport over Kulturløftet? Jeg tror kanskje det hadde vært all right å lage noe som interesserte flere enn regjeringspartiene.
representanten Barstad

hvem det skulle være, er jeg litt nysgjerrig på. Men uansett er det i hvert fall viktig å sørge for at alle har muligheter til å skaffe seg både kulturopplevelser og opplæring innenfor musikk, dans og andre kulturformer.

representanten er fornøyd med sin egen regjerings innsats på kulturskolene, der egenandelen er så høy at det faktisk bare er dem som har høy inntekt og er godt bemidlet, som har mulighet til å betale for at barna skal få det tilbudet. Jeg er for en større og bredere satsing på kulturskoler, at det skal inn i skolen, og at vi skal få ned prisene, for vi vet at pris er noe av det som holder folk utenfor. Makspris kan f.eks. være et godt virkemiddel i den sammenheng. Ellers er jeg

og at vi også i årets budsjett kan vise til en satsing på 780 mill. kr til kultur. Det er det grunn til å være stolt av. Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til momskompensasjon med 212 mill. kr, noe som til sammen gir et beløp på 608 mill. kr. Dette er en veldig viktig del av vår satsing på frivillig sektor. I tillegg er det opprettet en ny ordning for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Det er viktig at vi også i årene framover går inn for en reell økning av beløpet på disse ordningene, slik at utgiftene til aktørene – det kan være utbyggere eller frivillige lag og organisasjoner – blir så små som mulig, slik at de blir reelt kompensert. Det har av flere vært pekt på behovet for fortsatt forenkling og avbyråkratisering i samhandlingen mellom det offentlige og det frivillige feltet da med spesielt fokus på barne- og ungdomsorganisasjonene. Derfor er det positivt at regjeringen nå ønsker å opprette et brukerforum, med representanter fra frivillig sektor, og at disse innspillene blir tatt på alvor. Frivillighetssentralene har som mål å legge til rette for økt deltakelse, lokalt engasjement og å skape gode vilkår for frivilligheten rundt om i landet. Sentralene er en møteplass og en samhandlingsarena for frivilligheten i lokalmiljøet. Derfor er det veldig gledelig at regjeringen foreslår å øke satsingen, slik at dette kan gå til enten økt tilskudd til eksisterende sentraler, kompetanseheving eller muligheter for etablering av nye sentraler. Det brukes store summer på kultur i Norge, og da er det også viktig at disse midlene kommer hele landet til gode. Derfor spiller bl.a. de regionale kulturinstitusjonene en viktig rolle. I årets budsjett er det foreslått 20 mill. kr i økning til de regionale teatrene og 2,3 mill. kr i økning til region- og distriktsoperatiltak. Midlene til de regionale teatrene sikrer bl.a. at Nord-Trøndelag Teater får økt sitt tilskudd med 2,4 mill. kr, noe som har stor betydning for dem. Sterke regionale kompetansemiljøer bidrar også positivt til at Norge som kulturnasjon i sterkere grad kan hevde seg internasjonalt. Derfor er det viktig at vi også i det neste året bruker tid på hvordan vi i enda større grad kan bidra til å bygge sterke regionale kulturmiljøer. Her er Tingved Kulturhage i Verdal et godt eksempel, sammen med teaterutdanningen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. De representerer sterke og gode miljøer utenfor hovedstaden, som er med på å utfordre allerede etablerte miljøer. Hver eneste dag skjer det mange spennende ting på kulturfeltet rundt om i landet. Hundretusener av nordmenn møter kulturen hver dag i forskjellige former, enten det er av nordmenn møter kulturen hver dag i forskjellige former, enten det er konserter, utstillinger eller idrettsarrangementer, eller i form av kultur gjennom media. Jeg er sikker på at vi er enige om at kulturen er med på å berike livene våre. Vi har et veldig stort omfang av kultur i Norge, og det er vi nødt til å ta vare på. Vi må legge til vilkår. Det blir viktig når regjeringen har varslet at den skal ha en melding som går på sosial inkludering og fordeling av kultur så enda flere folk ikke bare skal være mottakere, men også deltakere i kulturlivet. Denne regjeringen har vist stor vilje til å satse på kulturen, og det er noe vi har all grunn til å være stolte av.
Det åpnes for replikkordskifte. Senterpartiet har vært høyt på banen og vært tydelige når det gjelder plasseringen av Nasjonalgalleriet. De mener at Nasjonalgalleriet skal være i de gamle bygningene. Oslo Senterparti har vært tydelig på det, lederen i Senterpartiet har vært tydelig på det, og ikke minst har man understreket det gang på gang ved at Liv Signe Navarsete har gått ut så kraftig som hun har gjort med at Nasjonalgalleriet skal ligge i Nasjonalgalleriets bygning. Hva skyldes det at Senterpartiet har endret standpunkt, når de har vært så tydelige på dette området? Har det noe med det nye slottsmuseet å gjøre, at man bevilger 30 mill. kr? Hvor skal det ligge? Har det noe med det å gjøre? Mener representanten at det er viktig at man har en plan for etterbruk av de bygningene man nå forlater i Oslo, som er en del av kulturarven? Jeg må korrigere litt av det som ble sagt av representanten må korrigere litt av det som ble sagt av representanten fra Fremskrittspartiet. Senterpartiets leder har vært ute og sagt at det er viktig at vi er med på å ta vare på gamle bygg, så partiet har ikke endret standpunkt i denne saken. Vi er klar over at Oslo Senterparti har hatt et annet utgangspunkt i dette spørsmålet. Koblingen til slottsmuseet vet jeg ikke om jeg helt skjønte. Men det er viktig for Senterpartiet at

Mitt spørsmål går på sentralisering. Er det noe jeg synes denne regjeringen har hatt som merke i disse årene, handler det om å gjøre en del administrative grep som alle sammen har handlet om sentralisering om Oslo. Jeg nevnte i mitt innlegg Kulturrådet, jeg nevnte Nasjonalbiblioteket, som også nå skal ha en styringsfunksjon, eller iallfall en viktig funksjon i forhold til folkebibliotekene, og jeg kunne også se på etter min oppfatning mangelfulle regionale satsinger, eksempelvis innenfor film. Grepet rundt Filmens hus har vært sentraliserende om Oslo. De regionale filmfondene, som det var viktig for Høyre skulle offensivt enn det vi har sett nå, var en viktig forutsetning for å gjøre det grepet. Det er stor satsing på institusjonene, mindre satsing på det frie feltet, og altfor lite satsing på folkekulturområdet. Er representanten bekvem med dette? Kan hun fortelle meg hvor hun ser den – skal jeg si – distriktsprofilen i det budsjettet vi nå har til
Det er alltid viktig at vi tar opp spørsmål i forhold til sentralisering. Det går på kulturfeltet og på andre ting. Så skal jeg være ærlig og si at også på kulturfeltet har vi utfordringer med hvordan vi skal klare å sentralisere midlene mest mulig. En ting handler om strukturgrepene. Det representanten fra Høyre var innom om Kulturrådet og den biten, mener jeg det er viktig at vi ser konsekvensene av når det har kommet i gang, og så er åpne for å evaluere det for å se om dette får negative virkninger med hensyn til det med sentralisering. Når vi skal se på midler, penger, er det en litt annen debatt. Der er det en evig kamp om hvordan vi skal klare å desentralisere midlene. Der er jeg fortsatt ikke fornøyd, men det er ikke en utvikling bare under denne regjeringen. Det er en utvikling under alle regjeringer at midlene har en tendens til å suge seg til hovedstaden, for her er de nasjonale institusjonene, vi har mange kunstnere her. Så dette må vi ta i en større debatt – nesten en strukturdebatt. Hvordan skal vi bruke midler til å flytte både institusjoner og penger ut i landet? Dette henger litt sammen. Jeg vil gjerne følge opp forrige replikant

gjennom et kulturløft som nå har gått over mange år. I høst har Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner lagt fram en rapport som går gjennom rammevilkårene for barne- og ungdomsorganisasjonene. Her sier man ganske enkelt: «LNU er dypt skuffet over at løftene om samordning og avbyråkratisering fra to rødgrønne regjeringserklæringer og fra frivillighetsmeldingen er brutt.» Da er jo spørsmålet til representanten fra Senterpartiet: Er man fornøyd med å få en slik attest, og hva vil Senterpartiet gjøre for å komme seg ut av denne situasjonen der ungdomsorganisasjonene er så misfornøyd? Jeg er fornøyd med at vi har hatt en

at vi også i våre merknader sier at flertallet på Stortinget og regjeringen har som mål å forenkle og avbyråkratisere forholdet mellom offentlig sektor og frivillig sektor og den samhandlingen som er der. Det er også, i likhet med det forrige det ble spurt om, en ganske krevende oppgave. Du ser ikke bare på dette feltet, men på veldig mange felt at vi som politikere innfører gode ordninger som vi mener skal fungere og være med og styrke frivillighet lokale barne- og ungdomsorganisasjoner, men som også fører med seg en del papirarbeid som kan være med på å vanskeliggjøre deres hverdag. Derfor er det satt i gang et arbeid på dette nå, og vi har bedt regjeringen rapportere tilbake til Stortinget neste år for å se hvor langt man har kommet med dette arbeidet. Så vi tar med oss innspillene fra LNU. Jeg synes det er nyttige og konstruktive innspill som vi er nødt til å ta med i debatten nå for å se på hvordan vi skal innrette ordningene framover. Så det tar vi på høyeste alvor.

Språkrådet har i månedsvis vært uten direktør, men folk prater i vei allikevel. Det var Hallo i ukens kulturpolitiske kommentar tidligere i høst. Det illustrerer et viktig poeng. For i den kulturpolitiske debatten kan man ofte få inntrykk av at kultur og kulturpolitikk er synonymer, og at kulturliv er noe som politikere oppretter og bevilger. I iveren etter å promotere en handlekraftig kulturpolitikk og nye kulturpolitiske initiativ, er det fort gjort å glemme at kulturen er en naturlig del av menneskets liv og virke, og en naturlig del av møte mellom mennesker i menneskelige fellesskap uavhengig av politiske vedtak. Folk prater i vei, som Hallo i uken sa, og heldigvis for det. Kristelig Folkeparti har vært med på å løfte kulturfeltet og kulturbudsjettet gjennom mange år. Men med økte bevilgninger og strengere styring, forsterkes inntrykket av kultur også som et politisk prosjekt, for enkelte ser på kultursektoren nettopp som et virkemiddel for å realisere andre samfunnsmål. På den andre siden finner vi også dem som betrakter statlig kulturpolitikk som en slags luksus, som staten kanskje kan unne seg å støtte i medgangstider hvis vi har penger til overs. Kristelig Folkeparti står for en tredje vei i kulturpolitikken. Vi anerkjenner kultursektorens bredde og mangfold, og kulturlivet er selvsagt så mye mer enn de delene staten er involvert i. Kristelig Folkeparti anerkjenner kultursektorens selvstendige stilling, dens autonomi og kunstnernes rett til å drive samfunnskritisk virke. Under den rød-grønne regjeringen har den instrumentelle tenkningen forsterket seg, og statens makt har økt. Kristelig Folkeparti vil øke de årlige budsjettene, men gi kulturlivet større frihet. Vi vil legge til rette for flere finansieringskilder, ikke færre, og flere støtteordninger, ikke færre. Som sagt har Kristelig Folkeparti og flere andre partier i salen her vært med på å løfte kulturbudsjettet som vi i dag diskuterer, gjennom flere år. Og med fjorårets budsjettdebatt på kulturområdet friskt i minne vil jeg uttrykke et håp om at det kanskje blir en større grad av erkjennelse av at det faktisk er et stort og bredt politisk flertall bak det løftet.

Folkeparti er også veldig glad for at flertallet har funnet rom for å støtte vårt ønske om økte bevilgninger til KABB, slik at lydbiblioteket for blinde kan styrkes, og å styrke folkedansen gjennom Noregs Ungdomslags aktiviteter. Det er også enkelte tiltak som er av særlig betydning for Kristelig Folkeparti, som vi gjerne skulle ha ønsket hadde fått flertall. Derfor foreslo vi også en ramme på 25 mill. kr høyere enn regjeringens forslag da finansinnstillingen ble behandlet. Frivillighetens betydning ligger ikke først og fremst i at den støtter opp om velferdsmål og andre politiske mål – frivillighetens genuine betydning ligger nettopp i at den er frivillig. Folkeparti foreslår mer midler til frivilligheten, i dette budsjettet frivillig kulturliv og frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner ikke minst skolekorpsene, men vi vil avbyråkratisere og forenkle deres hverdag. Kulturskolene må styrkes som en kulturarena. Det løses ikke bare med skolefritidsordning, det er langt flere tiltak som er nødvendig. Den Norske Opera & Ballett må få det løftet som det signalbygget vi har reist, faktisk fortjener, sånn at det fylles med et innhold av høy kvalitet. Region- og distriktsoperaen må styrkes parallelt med det, for å følge opp intensjonene fra da vedtaket om operaen faktisk ble fattet. Til slutt vil jeg ta opp de forslag Kristelig Folkeparti står bak i innstillingen. Representanten Øyvind Håbrekke har tatt opp de forslag han refererte til. Det blir replikkordskifte.

En bærebjelke i demokratiet, men også i kulturpolitikken er et mangfoldig og levende medielandskap preget av medier av høy kvalitet, og at man ikke minst har rom for lokalmedier som kan skrive om mange av de flotte kulturopplevelsene man har rundt omkring i landet. Vi vet at Fremskrittspartiet foreslår å kutte pressestøtten med 150 mill. kr, og Høyre foreslår å kutte pressestøtten med 100 mill. kr for dette budsjettet. Vil det være mulig for Kristelig Folkeparti å sitte i en regjering som går så drastisk til verks i å kutte i pressestøtten, eller kan Håbrekke her og nå slå fast at Kristelig Folkeparti er garantisten mot slike voldsomme

samarbeidsdiskusjon. Kristelig Folkeparti står bak en aktiv mediestøttepolitikk, som det er flertall for i Stortinget. Vi avventer nå Mediestøtteutvalgets innstilling og kommer til å gå grundig gjennom den, og er innstilt på å modernisere ordningene i den grad det skulle være nødvendig. Men de intensjonene som ligger i i den politikken som har vært ført til i dag, står vi fortsatt ved. Så får vi vurdere hva som er virkemidlene for å oppfylle det. Så skal vi samarbeide med de partiene som gir oss støtte fra sak til sak i Stortinget, og få gjennomslag for mest mulig av Kristelig Folkepartis politikk. Replikkordskiftet er omme. På fem minutter rekker man ikke å ta et stort ideologisk oppgjør om

Vi har lagt fram i vårt alternative budsjett en påplussing på nesten 190 mill. kr utover det som regjeringa skryter av å ha lagt fram. Det er det mulig å gjøre innenfor de enormt brede rammene som denne regjeringa faktisk har i handlingsrommet økonomisk. I tillegg har vi plusset på Kulturminnefondet med 200 mill. kr. Vi tror at det er et veldig viktig grep å gjøre i forhold til de store utfordringene vi har knyttet til det å ta vare på kulturhistorien vår og våre kulturminner. Vi har også en påplussing på museum, der vi mener det nå er viktig å få til en mer samlet plan for forvaltningen av våre samlinger. Vi har nå hatt en stor konsolideringsprosess. Nå er det på tide å puste og prøve å tenke over hvordan vi skal ta vare på det vi faktisk har foran oss. Så har vi lagt fram en del forslag i dag – som jeg tror jeg har tatt opp en gang før, men for sikkerhets skyld sørger jeg for at de blir tatt opp nå: Ett omhandler dagens lisens, da vi mener finansieringen er på en veldig gammeldags måte. Husstandsavgiftenes tid er forbi. Venstre har lagt inn forslag når det gjelder å delta i fritidsaktiviteter for barn fra lavinntektsfamilier. Vi har også fremmet et forslag om

Derfor har Venstre både lagt inn penger til det i sitt alternative budsjett og lagt inn et forslag her i dag. Vi har også lagt inn 50 nye arbeidsstipend. Arbeidsstipendene til norske kunstnere mener vi er en ordning som fungerer godt, og vi mener at den burde vært utvidet. Tradisjonen tro legger Venstre også inn et løft for de flerkulturelle kulturinstitusjonene, som vi mener spiller en veldig viktig rolle i Kultur-Norge i dag med å bygge bro mellom kulturer og være med og utvikle den felles kulturelle plattformen vi skal stå på framover. Vi har også vært opptatt av at man burde ha fått ned momsen på e-bøker. Jeg tror det kommer til å bli en tragedie for norsk litteratur om vi ikke klarer å få orden på dette fort. Så vil jeg også gjerne si litt om frivillighet. Venstre har lagt inn 100 mill. kr ekstra på moms, i tillegg til at vi ønsker et løft på frivillighetsforskning. I går fikk jeg en melding fra et sentralstyremedlem i en frivillig organisasjon som sikkert mange kjenner, 4H, som oppsummerte momskompensasjonen som følger: Vi har laget et system som bare sørger for enormt mye merarbeid sentralt, enormt mye merarbeid lokalt og enormt mye merarbeid regionalt. Det eneste vi har fått tilbake, er 50 000 kr i økte revisorutgifter og ingen økning i inntektene. Dette er et mageplask. Nå er det på tide at vi begynner å høre på hva som sies i frivilligheten. Nå er det på tide at vi begynner å grave bak alle fyndordene som uttrykkes fra talerstolen her. Nå må vi ta frivilligheten på alvor, og da trenger vi å ta et skikkelig løft på momskompensasjon, og vi trenger å lage et system som ikke graver ned organisasjoner i byråkrati, sånn at norsk frivillighet blir en skole i byråkrati og ikke en skole i demokrati. Når det gjelder

nettspill. Sånn er det vi sikrer oss mot aggressivitet, og vi sikrer oss også at en del av inntektene går til frivilligheten. Disse grepene burde ha vært gjort samtidig som vi innførte begrensninger både på nettilgang og på kredittkortbruk. Med et sånt grep hadde vi kanskje klart å skape et norsk spillmarked på nettet, som både ville ha ført til inntekter til norsk frivillighet, og som også kunne ha sørget for at vi hadde kunnet bekjempe spillegalskap. Nå har vi latt den muligheten gå fra oss.
Representanten Trine Skei Grande har tatt opp de forslag hun refererte til. Det åpnes for replikkordskifte. Representanten Representanten Trine Skei Grande fremmer på vegne av partiet Venstre et ganske interessant forslag, forslag nr. 36: «Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak om andre og mer tidsriktige måter å finansiere en allmennkringkaster på enn dagens lisens.» Hvis det innebærer at man skal ta det over statsbudsjettet,

avstand til allmennkringkasteren, fordi man da måtte prioritere mellom andre ting på budsjettet. Man mente at da var den redaksjonelle friheten i fare. Derfor vil jeg gjerne utfordre Venstre litt på følgende: Hva legger man i at man skal ha en mer tidsriktig måte å finansiere en allmennkringkaster på – som altså er mer tidsriktig enn dagens lisens?

Grasrotmidler har vært en kjærkommen inntekt for idretten og frivilligheten. Senest i 2009 gikk godt og vel 210 mill. kr til frivilligheten og idretten totalt – og 148 mill. kr til idretten spesielt. For 2010 er prognosene 255 mill. kr. Grasrotandelen kommer frivilligheten og idretten til gode,

store organisasjonene – idretten på mange fronter – som får disse pengene. Dette er en enorm forskyvning bort fra de små frivillige, bort fra dem som ikke har store reklameapparat som gjør at de kan reklamere for sin grasrotandel og fortelle alle om hvilket organisasjonsnummer de skal taste inn, og en overføring fra disse små til de burde man jo være for grasrotandelen. Jeg skjønner at Vålerenga får mer gjennom dette, men kanskje ikke poenget er at Vålerenga skal få så veldig mye større andel av disse midlene. Kanskje er det sånn at de store får nok av disse midlene. For Venstre er det viktig å hjelpe de små organisasjonene – de som er i startgropa – og alle dem som trenger midlene mye mer enn de store. Replikkordskiftet er omme. I 2005 gikk de rød-grønne partiene til omme. I 2005 gikk de rød-grønne partiene til valg på at det skulle gjennomføres et kulturløft. Det viktigste har vært å øke kulturbudsjettet til 1 pst. av statsbudsjettet innen 2014. Det fortsetter vi nå i et ellers veldig stramt budsjett. Vi har de siste årene økt bevilgningene til kulturformål veldig mye. Det vi har lagt vekt på i de næreste årene, er for det første å øke kvaliteten, og det at kulturlivet skal nå flere. Regjeringens filmsatsing er et eksempel på dette. Flere år med store økninger i bevilgningene til norsk film har bidratt til økt produksjon og publikumsoppslutning. Målet om gjennomsnittlig 25 filmer i året er nådd, og det høye antallet norske premierer har trukket mange til kinosalene. Nå er det nødvendig å rette sterkere fokus på kvaliteten. Derfor vil jeg gi rom for større variasjoner i budsjettene til den enkelte film, slik at det kan lages enkelte større, mer påkostede produksjoner. Kvalitet er En betydelig del av budsjettsatsingen neste år går til frivilligheten. Regjeringens satsing på momskompensasjon til frivillige organisasjoner er den største satsingen på frivillighet over statsbudsjettet noensinne. I disse dager går det brev ut til tusenvis av frivillige lag og organisasjoner, fordi de får nå penger gjennom momskompensasjonsordningen. Vi har et og som representanten fra Senterpartiet var inne på, har vi nettopp satt ned en gruppe med representanter for LNU for å bidra til et mer forenklet system. Men frivilligheten får altså mer enn noen gang. For musikkformål innebærer budsjettforslaget for 2011 en kraftig økning. Samlet har musikkformål fått en økning på nesten 0,5 mrd. kr gjennom Kulturløftet. I dette budsjettet har vi prioritert arrangørstøtten, slik at vi kan støtte opp om profesjonelle konsertarrangører over hele Norge. Norge. Det er også satt i gang en prosess for å avklare Rikskonsertenes framtidige rolle. Det vurderes nå ulike alternativer. Det ene er å overføre midler til musikerstøtten, slik at hver enkelt artist kan få større mulighet til å dra på turné rundt omkring i hele Norge, eventuelt overføre midler til arrangørstøtten, at lokale arrangører kan få penger, eller bruke midlene til å arrangere kombinasjonskonserter – tilby arbeidsplasskonserter i forbindelse med musikere som allerede er på skolekonsertturné i området. Det vil kanskje gi mulighet til å besøke mindre steder enn de stedene som Rikskonsertene besøker i dag. Målet for prosessen er å få flere konserter av høy kvalitet med en bredere geografisk fordeling for de samme kostnadene som i dag. Visuell kunst, arkitektur og design er et av regjeringens satsingsområder i Kulturløftet. Vi har også satt i gang et arbeid med en stortingsmelding om visuell kunst. Visuell kunst er altså prioritert i dette budsjettet. Når det gjelder scenekunstformål, har vi hatt en økning på 700 mill. kr gjennom Kulturløftet. I dette budsjettet prioriterer vi først og fremst scenekunstinstitusjoner utenfor Oslo og det frie scenekunstfeltet. Dansen er i en oppbyggingsfase. Vi arbeider nå med en strategi for dans, for her trenger vi økt satsing også i årene som kommer. På museumsfeltet har vi i dette budsjettet først og fremst satset på å ta vare på gamle, forfalne og værutsatte kulturhistoriske bygninger. Ryfylkemuseet har fått i oppdrag å komme med forslag til en plan for hvordan vi kan ta vare på denne viktige delen av vår kulturarv. Vi har også lagt inn penger til arkivformål, og for dem av dere som ikke har besøkt Digitalarkivet og folketellingen 1910, så anbefaler jeg alle representanter det på det sterkeste. Det er en av våre mest besøkte kulturinstitusjoner. I dette budsjettet fortsetter vi også Leseløftet, og i Leseløftet 2011 vil vi særlig vektlegge folkebibliotekene som møteplass og formidlingsarena. Det er viktige skiller i denne salen når vi kommer til kulturpolitikken. Fremskrittspartiet foreslår massive kutt. Hvis du skal ta med deg ungene dine på «Reisen til Julestjernen», betaler Med Fremskrittspartiets politikk blir det 1 000 kr billetten. Da får vi et kultuliv for ytterst få. Jeg synes også det er rart at Høyre og Fremskrittspartiet er enige om å kutte i pressestøtten. De partiene som er mest opptatt av konkurranse, ønsker en sterkere monopolsituasjon hva gjelder mediemangfoldet i hundrevis av lokalsamfunn. Aviser som Tromsø, Østlendingen, Agderposten, Namdalsavisa og Altaposten vil få problemer med Høyres og Fremskrittspartiets politikk. Høyre Høyre har kritisert regjeringen for å drive en instrumentell kulturpolitikk. Jeg vil derfor spørre Høyre: Er det mindre instrumentelt å gi kulturpenger til kultur- og næringsformål, som de ønsker, istedenfor at Kulturrådet skal få økte midler og ha som målsetting at kulturlivet skal nå ut til flere? Det blir replikkordskifte. blir replikkordskifte. Det skrives mye i budsjettet. Det skrives mange merknader. Kontroll- og konstitusjonskomiteen og kulturkomiteen har en merknad som alle partier står sammen om, også partiene. Det gjelder et slottsmuseum. Dette er et spennende prosjekt der man kan få vist fram tusenvis av gjenstander som har vært lagret i mange, mange år – alt fra bilder, biler, kjoler, krukker etc. Det blir spennende. Jeg vil spørre statsråden om hvordan hun ser dette for seg. Skal det ha tilknytning til Slottet? Eller skal man bruke en av de fraflyttede bygningene som Oslo får framover, som vil stå tomme, og som trenger et innhold? Det er jo vanligvis slik at bursdagspresanger holdes hemmelig. Men siden vi har en offentlighetslov i Norge, er det også blitt kjent at det har gått et brev fra Kulturdepartementet til Nasjonalmuseet der vi ber dem inngå et samarbeid med Slottet, slik at vi kan få vist alle de fantastiske gjenstandene som Slottet har, på en nasjonal vandreutstilling i forbindelse med kongeparets 75-årsdag. I første rekke ønsker vi altså en utstilling, slik at flest mulig i Norge kan få se disse kulturhistoriske skattene over en toårsperiode. Så vil vi eventuelt senere komme tilbake til spørsmålet om et nytt slottsmuseum. «Alle skal med», er

å få flere aktivisert i kulturlivet, eller sørge for at kulturlivets arenaer åpnes for nye publikumsgrupper. Jeg har også skjønt at det særlig – hva skal jeg si – er de gruppene vi kanskje ikke så ofte ser. Det kan handle om i hvilken grad man er bemidlet nok til å oppsøke eller delta i kultursammenheng. Det kan handle om at man kulturelt sett kanskje er på andre arenaer som gjør at man ikke naturlig kommer inn. Jeg har lyst til å spørre statsråden: Hva ved årets budsjett er det hun vil legge vekt på som særlig imøtekommer hennes nye ambisjoner?

at staten, Kulturdepartementet, ikke bør legge seg opp i hvilke typer prioriteringer den enkelte institusjon bør foreta. Men vi har altså lagt vekt på å styrke noen arenaer. Vi har hatt en oppbygging av kulturelle skolesekken, som gjør at den kommer ut til flere, og Den kulturelle spaserstokken. Vi ser nå på muligheter til å bygge opp noe tilsvarende i arbeidslivet. Gjennom Arbeidslivets Kulturseilas i Vestfold gjør vi ett slikt forsøk. Vi vurderer også dette i forbindelse med Rikskonsertenes framtidige rolle. Så det er ett av flere eksempler på vår tenking, men det er ikke slik at jeg ser på behovet for oppbygging av nye institusjoner på dette området, men at vi bruker etablerte institusjoner til eventuelt å opptre på nye arenaer.

store medier. Det siste nå er at det spekuleres i hvorvidt Telenor ønsker å ta over TV 2 – for å si det som det er. Nå skal statsråden slippe å saksbehandle det over bordet her, men jeg ønsker å reise en mer prinsipiell side av saken og utfordrer statsråden på å reflektere omkring behovet for å se nærmere på hvordan myndighetene skal se på at én aktør kan få en tung posisjon når det gjelder både innholdsproduksjon og distribusjon i tv-markedet, og hvorvidt et dominerende statlig eierskap i våre to ledende kanaler også er et

bidra til en maktspredning innen mediesektoren. Så det er helt riktig som representanten er inne på, at dette må vi komme tilbake til Stortinget med. Vi trenger å se på eierskapsloven på nytt. Det er mye jeg kunne tenkt meg å spørre statsråden om, men det er en sak jeg ikke helt forstår. Hvis man er kunststudent rundt omkring i Norge, så nektes man det stipendet. Det har i Tromsø ført til at man har satt sammen et spleiselag for at kunststudentene der skal få stipend. Der har sparebanken, universitetet, fylkeskommunen og Tromsø kommune spleiset og hivd noen titusener i potten å få denne likheten for kunststudentene i Tromsø. Jeg syns dette er litt flaut. Jeg skjønner ikke forskjellsbehandlingen. Jeg skjønner ikke hvorfor vi i Norge i dag må ha sånne spleiselag for å oppnå likhet mellom Så jeg har en innstendig bønn til statsråden: Dette er det bare å ordne opp i. Dette blir for dumt, og det blir for flaut å holde på med dette i dag. Vi har stipend for enkelte kunsthøyskolestudenter, men det er ikke slik at det kun er studentene i Tromsø som ikke får dette stipendet. Går du f.eks. på Teaterhøgskolen i Oslo, får du Går du i Nord-Trøndelag, får du det ikke. Det er veldig mange andre enn kunststudentene i Tromsø som føler seg urettferdig behandlet med denne ordningen. Vi har i tillegg blitt kritisert av dem som studerer i utlandet. De får ikke dette stipendet. Derfor ønsker ikke jeg å åpne opp for at studentene ved en og en utdanningsinstitusjon skal få tilgang til dette stipendet. Jeg vil se på dette i en helhet før jeg kommer tilbake med svar på hvordan vi skal forvalte disse midlene. Det er viktig at disse midlene kommer flere kunststudenter til gode, men å se på en og en studentgruppe synes jeg ikke er god politikk. Jeg vil se på alle dem som i dag faller utenfor

best ut – og det er ingen stor nyhet, for å si det sånn. Nå mener jeg ikke at statsråden skal styre den redaksjonelle friheten, men er statsråden komfortabel med skjevdekningen i NRK over mange år overfor de politiske partiene?

Så denne sjablongmessige karakteristikken av hvordan denne saken behandles, kan jeg altså ikke støtte. Vi må se på flere av dem som er diskriminert og føler seg diskriminert i denne ordningen, før vi tar stilling. Når det gjelder NRK, må vi hele tiden ha en diskusjon om hvordan de forvalter sitt samfunnsoppdrag. Men det er helt uaktuelt for meg, som Fremskrittspartiet har bedt meg om ved flere anledninger, å gå inn og styre de redaksjonelle valgene som NRK tar. Men det er viktig at det er diskusjoner i bl.a. Kringkastingsrådet om de redaksjonelle prioriteringene som gjøres i NRK. Der er Fremskrittspartiet også representert, og jeg regner med at representanten tar opp dette spørsmålet med Fremskrittspartiets representant i Kringkastingsrådet. Vi har store utfordringer når det gjelder kulturbygg. Det er dyr moro. Jeg har merket meg at regjeringen i forslag til budsjett har satt ned den statlige andelen fra 40 til Det kan jeg nesten forstå. Selv om jeg synes det hadde vært flott hvis vi kunne opprettholdt de 40 pst., kan jeg forstå det ut fra hvilke forventninger vi står overfor. Nesten uansett hvor mye vi sparer inn på det området, kommer listen fortsatt til å være lang. Vi har store utfordringer under oppseiling i Bergen. Vi har en lang rekke mellomstore kulturbygg som kommer til å be om støtte. Kort og godt: Her må vi finne andre veier inn. Mitt spørsmål til statsråden er: Kunne hun f.eks. tenke seg å bidra til at vi jobbet med utvikling innenfor det vi kaller OPS, altså Offentlig Privat Samarbeid, for å finne nye modeller for kulturbygg, slik vi f.eks. ser det på Elverum? Og kunne hun tenke seg å ta initiativ i Oslo for å få gjort noe med hele kabalen her med nye og gamle hus, med kommunale og ikke-kommunale hus? Kunne hun kort og godt tenke seg å lage en slags samlet plan for hvordan vi skal håndtere

Jeg hadde nettopp et møte med byrådslederen i Oslo om denne problematikken, og vi er blitt enige om å lage en bedre konsultasjonsordning. Utfordringen i hovedstaden nå er at man får flere og flere scener, og det er en utfordring å fylle disse. For å skape en sunn konkurranse er det etter min mening bedre med et samarbeid. Når det gjelder midlene til nasjonale kulturbygg, er det helt riktig som representanten er inne på, at veldig mange flere ønsker å få midler fra denne ordningen. Dette er en ordning hvor man altså får deler av budsjettet sitt finansiert over statsbudsjettet. Hvorvidt det enkelte kulturbygg er finansiert med private midler i tillegg, får man ta stilling til lokalt. Men dette er en tilskuddsordning hvor vi gir midler til nasjonale kulturbygg over statsbudsjettet.
Replikkordskiftet er avsluttet. Tidligere i dag har denne komité diskutert utfordringer mange barn sliter med, og hvilke tiltak vi kan sette i verk for at barn kan få en bedre barndom og oppvekst og et bedre liv. Jeg vil dra noen paralleller fra den debatten over til det jeg hadde tenkt å si, som i hovedsak vil handle om kulturens betydning for sosial utjevning. Vi er mange som ser på Skavlan på fredagskveldene. Sist fredag var Josh Groban gjest, og han sa to ting som var meget interessant, som jeg tenkte å ta utgangspunkt i i mitt innlegg. Det ene var: Jeg var så sjenert, men innså plutselig at sangen var min kommunikasjonsform. Tilfeldighetene – fortalte han – gjorde at han etter hvert ble kjent.

Jeg har selv sett en ung gutt som tidligere ikke sa et ord i selskap med andre. Han fikk muligheten til å gå på Inderøy videregående skole, hvor de har kulturlinjer – tilbud som aldri ville ha eksistert om Fremskrittspartiets politikk hadde vært gjennomført. Gjennom det fikk han en interesse for det å stå på scenen. Den personen som tidligere var så sjenert at han gikk i ett med er nå i ferd med å etablere en internasjonal karriere som skuespiller. Vi har hørt historier om lærere som, når de får besøk i forbindelse med Den kulturelle skolesekken, ikke kjenner igjen eleven sin – eleven som kanskje var urolig, ansett som et problembarn, som ikke fikk positive tilbakemeldinger i skolehverdagen, og som kanskje sjelden opplevde mestring, men som med en leirklump mellom hendene, eller muligheten til å opptre på en scene

fra eldresentre rundt omkring i landet, der det står gjenglemte rullatorer etter at det har vært konsert på eldreinstitusjonen fordi folk får en følelse av glede og liv – og nesten glemmer at man har behov for rullator. Noe annet Josh Groban sa, som var interessant, var at når et sted blir kjent for noe, så kommer folk strømmende. Selv flyttet han til New York fordi det var der de beste Vi har få byer i Norge som kan konkurrere med New York, men hva tenker vi på når vi hører «Notodden»? Hva tenker vi på når vi hører «Voss»? Hva tenker vi på når vi hører «Stiklestad»? Det er jo nettopp kulturopplevelser som skaper identitet og stolthet for dem som bor der. Det skaper også nye næringer og nye arbeidsplasser. Og Richard Florida har jo påpekt at klarer man å rekruttere den kreative klasse til sitt område, vil mange andre komme etter. Da vil det skapes nye arbeidsplasser og ny entusiasme. Vi ser det tydelig i Verdalen, der man har Stiklestad og mange satsinger innen kultur og næring, at man har klart overgangen fra et tradisjonelt industrisamfunn til å bli et fyrtårn innen nye næringer. De samme effektene ser vi rundt Notodden. Og det ligger jo mye politikk i dette. Vi har videre sett at studier viser at storforbrukere av kulturtilbud er småforbrukere av helsetilbud. Og omvendt: Storforbrukere av helsetilbud er småforbrukere av kulturtilbud. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag viser oss også at nærhet til institusjon og kulturtilbud er helt avgjørende for hvor ofte man benytter seg nettopp av kulturtilbud. Dette viser at vi må evne å spre kulturmidlene mer, geografisk og ikke minst til alle lag av befolkningen. Det er det kultur til folket handler om – ikke Fremskrittspartiets enkle

Vi har fått litt kritikk for at vi kutter i pressestøtten. Og la meg bare si det sånn: Det gjør meg ingenting om jeg slipper å lese eller kjøpe Dagsavisen, Klassekampen og Nationen, for å nevne noen. Jeg kan ikke se at det skal være en statlig oppgave å finansiere alle de avisene vi har i dag, og det er også det vi skriver i våre merknader.

medieaktør, men forfordeler noen partier når det gjelder politisk oppmerksomhet, og spesielt i en valgkamp, mener jeg det er et så stort og viktig spørsmål at det bør kommenteres her. kommenteres her. Statsråden er nær sagt selvfølgelig passiv. Hun skyver Kringkastingsrådet foran seg. Det synes jeg er svært passivt av statsråden. Jeg hadde ønsket at hun kunne være litt mer aktiv og si at dette selvfølgelig er et så viktig spørsmål at det vil man ta opp med NRK. Man har jo ulike kanaler der man være svært viktig. Statsråden kunne eventuelt også hørt om dette er en debatt som går internt i NRK, altså på hvilken måte man skal kunne opptre mest mulig nøytralt når det gjelder politiske partier. For om det er Arbeiderpartiet eller om det er andre partier som gang på gang blir forfordelt, så er situasjonen like ille. NRK står på mange måter i en særstilling. NRK har jo konkurrenter som sliter med den posisjonen NRK har. Og når vedtektene til NRK er så rundt formulert – og da tenker jeg på § 13d i vedtektene – betyr det i realiteten at om NRK hadde ønsket det, så kunne også NRK ha gitt ut en avis. Det mener jeg er jeg er svært uheldig. At NRK er i markedet på ulike plattformer, tror jeg vi har registrert alle sammen, men når det skjer i samarbeid med andre statlige organ, er dette svært konkurransevridende. Det er også, slik jeg vurderer det, et

Er det ikke andre aktører som kan ivareta akkurat den biten? Og da tenker jeg først og fremst på kommunikasjonsselskaper og PR-byrå, som helt avgjort klarer å ta dette. Det hadde vært veldig interessant å vite om det har vært diskutert noen redaksjonelle prinsipper i forhold til i NRK. Jeg skal ikke bruke mye mer tid på NRK. Jeg har levert inn en interpellasjon som skal debatteres i februar i denne salen, så vi kan helt sikkert gå nøyere inn på det da. Det siste halve minuttet har jeg tenkt å bruke på spillpolitikken. Jeg tror det er ganske stor enighet om spillpolitikken i denne salen, og at

spillselskaper. Som representant frå Telemark er eg oppteken av at vi skal få Rjukanbanen på UNESCO si verdsarvliste. Det lokale og regionale engasjementet for dette prosjektet er enormt, og det er ei utruleg viktig sak for oss i Telemark. Rjukan er eit godt eksempel på den moderne industrielle revolusjonen, som me såg på starten av 1900-talet i Noreg, der ein gjorde vasskraft om til elektrisk kraft og skapte arbeidsplassar. Riksantikvaren meiner at Rjukan har «world wide outstanding value». I dag er Rjukanbanen det viktigaste enkeltobjektet i Riksantikvarens forslag om å få Eg er glad for at Rjukanbanen har blitt teken inn under Miljøverndepartementets kapittel om tekniske og industrielle kulturminne. Eg er òg glad for at den har fått støtte av Telemark fylkeskommune og vertskommunane Tinn og Notodden. Familie- og kulturkomiteen ber i budsjettinnstillinga Kulturdepartementet kome tilbake til denne saka med sikte på å finansiere opp Rjukanbanen på lik linje med det som er gjort frå Miljøverndepartementet si side. Eg har tillit til departementet, og at det vil kome ei løysing for denne saka. Det eg derimot synest er litt trasig, er at Framstegspartiet, trass i tverrpolitisk einigheit i Telemark, spelar politisk mynt på dette i fylkesavisene. Framstegspartiet og stortingsrepresentant Bård Hoksrud var ute i Telemark Arbeiderblad for eit par veker sidan og varsla full stopp i planane for Rjukanbanen sidan dette no ikkje låg inne på statsbudsjettet for kultur. Han meinte òg at dette viste at me ikkje var opptekne For det fyrste stemmer det ikkje at dette prosjektet stoppar opp, og det stemmer på ingen måte at me ikkje er opptekne av arbeidarkultur. Dette politiske angrepet kjem altså frå eit parti som i sitt alternative budsjett føreslår eit kulturkutt på 1 mrd. kr, eit parti som heller ikkje har sett av eitt øre til dette formålet i sitt eige budsjett, men likevel er freidig nok til å be vår regjering finne pengar til det. I Telemark fylkesting har det vore tverrpolitisk einigheit i denne saka, likevel vel altså nokon å slå politisk mynt på saka i media, og ber om at vi skal finne pengar til eit formål dei sjølve ikkje prioriterer i sine budsjett. Eg har tillit til at departementet kjem tilbake til denne saka, slik me formulerer det i vår merknad. For meg er det litt vanskeleg å ta det på alvor når Framstegspartiet ropar etter pengar til kulturformål. Korleis hadde kulturlivet sett ut etter ein periode med

I tillegg blir det foreslått å opprette ti ny arbeidsstipend. Dette er stipend Framstegspartiet meiner ikkje har livets rett. Desse kronene går til mange ivrige sjeler som skapar og tek vare på kulturarven vår, som vidareutviklar han og skapar ny kunst og kultur. Desse skapar kunst og kultur langs heile registeret. Kvifor vil Framstegspartiet bli kvitt desse, og korleis kan dei meine at

Men Framstegspartiet meiner at vi skal bestemme sjølve kva for kunst vi vil ha. Eg er redd at dette blir misforstått, for svært mykje av kulturarven som vi i årevis har teke vare på, visste ikkje folk for 100 år sidan nødvendigvis at det var så grueleg viktig å ta vare på. Det dette som er kunsten og kulturen sitt vesen, og det er slik det skal vere. Vi ville fått eit svært fattig kunst- og kulturliv om vi skulle leggje det opp på den måten som Framstegspartiet vil. Ja, svært mykje ville faktisk komme til å forsvinne, og svært mykje ville vi kanskje heller aldri få oppleve. Vi ynskjer å satse på kultur, og vi gjer det. Vi brukar pengar både til som tek vare på instrumenttradisjonar og reiskapstradisjonar, til musikkbingar for ungdom, til Noregs Ungdomslag – som driv med folkedans – til Vest-Telemark museum, til kulturarbeid for eit meir inkluderande arbeidsliv – og til Den Norske Opera. Kulturlivet er, og skal vere, mangfaldig og breitt. Det er gjennom den breie og mangfaldige kultursatsinga vår at vi best kan vareta kunst- og kulturlivet for framtida.

om å utvikle et godt naboskap. Den vil forene mye mer enn den vil skille, og den blir ei bru til samarbeid. Den er også en bekreftelse på at Norge og Russland har en politikk som ikke handler om kappløp, men om samarbeid. Og at den kan fungere som en modell men om samarbeid. Og at den kan fungere som en modell på hvordan man kan løse andre problemer.» Siden da har vi fått på plass et grenseboerbevis innenfor en sone på 30 km mellom Norge og Russland. Begge disse vil med stor sannsynlighet skape mer aktivitet og samarbeid mellom folk som bor i nord. I et slikt perspektiv blir grensene svært viktig. Vi må ikke glemme at det nettopp var kulturen som var døråpneren under den kaldeste kalde krigen på 1950-tallet. Nøkkelkortet som ble brukt i 1959, var kodet med idrett og musikk, og det låste ikke bare opp grenseportene – det gjenåpnet også det naturlige samkvemmet mellom Siden da har det fått utvikle seg i fredelig samkvem, og regjeringen har også utarbeidet en norsk-russisk handlingsplan for kultursamarbeidet i nordområdene. Handlingsplanen har til hensikt å fremme utvikling og styrking av det vennskapelige forhold og tilliten mellom folkene i de to land, og uttrykker et ønske om å gi nye impulser til det bilaterale samarbeidet innen kunst og kultur. kultur. Sentralt i dette er kulturprogrammet BarentsKult, et program som har en målsetting om å bidra til realisering av større kunst- og kulturprosjekter i norsk og russisk del av Barentsregionen. Programmet skal stimulere gode, nyskapende kunst- og kulturfaglige prosjekt og skal involvere både norske, russiske og andre kunstnere. Så langt har de fått svært mye til. Et eksempel på det er Barents Spetakkel. Og de som ikke har vært i Kirkenes tidlig i februar og fått med seg festivalen, som er hvert år, burde absolutt gjøre det – ute i beinfrosten, i mørketida, med snø og vind og et mangfold av kulturaktiviteter ved kunstnere fra mange land. Dette er opplevelser som gir frysninger på ryggen, bokstavelig talt. Når en møter kulturen i slike barske omgivelser, forstår en hvor viktig det er å satse på kulturen som brubygger mellom folkene i nord. De vel 9 mill. kr regjeringen bevilger til kulturformål i nordområdene, er svært godt anvendte penger. De kommer godt med. Jeg registrerer at Fremskrittspartiet i sitt budsjettforslag vil kutte vel 1 mrd. kulturkroner. Mange av disse midlene hentes fra områder som rammer distriktene hardest. 4 mill. kr tas av kulturformål i nordområdene, 50 landsdelsinstitusjoner. Fra våre dyktige landsdelsmusikere i Nord-Norge skal det hentes 4 mill. kr. Og kanskje det verste: Hver eneste kulturkrone skal tas fra den samiske befolkningen – vi snakker om 69 mill. kr. Slike kuttforslag svir i

det Fremskrittspartiet gjør overfor den samiske befolkningen, på alle politikkområder, er det som er diskriminerende. Jeg forstår ikke partiets argumentasjon, men det er vel heller ikke meningen. Regjeringen bruker vel 8 mrd. kr for å opprettholde et mangfold av kulturtilbud og aktiviteter i hele landet, via de frivillige til våre profesjonelle institusjoner. Markedet Derfor er det viktig at storsamfunnet bidrar. Det norske mediebildet har de samme utfordringene, og vi må bare erkjenne at det ikke er et stort nok marked til å sikre et godt avistilbud til befolkningen i distriktene. Derfor er det nødvendig at det offentlige gjennom ulike støtteordninger bidrar til å opprette et mangfoldig medietilbud over det ganske land. land. Jeg registrerer at representanten Korsberg helst ville slippe å lese aviser som Dagsavisen og Klassekampen. Men han må ta med seg at også store og viktige aviser som Altaposten, Ságat og Troms Folkeblad vil forsvinne fra hans skrivebord. Det vil ikke vi skal skje. Til det er alle de nevnte avisene for viktige, med tanke på å opprettholde et mangfold i medielandskapet. Et slikt løp vil ikke regjeringen være med på. Derfor bruker vi over 320 mill. kr til ulike tiltak for å opprettholde et mangfold også på mediesiden – i hele landet. Fortellinga om regjeringas kultursatsing er landet. Fortellinga om regjeringas kultursatsing er det nærmeste man kommer et riktig eventyr. Ikke bare har vi fått ei formidabel økning av kulturbudsjettene – neste års budsjett er men kultur er satt på dagsordenen på en helt annen måte enn før. Flere har fått tilgang til kultur og profesjonell kunst, og flere deltar i kulturaktiviteter. Under forrige stortingsperiode kunne jeg som medlem i familie- og kulturkomiteen besøke og oppleve kulturinstitusjoner, kunstnere og et stort antall forskjellige kulturaktører over det ganske land. Denne perioden har jeg som medlem i helse- og omsorgskomiteen hatt mulighet til å se hva kultur kan gjøre i møte med mennesker som er sjuke, fysisk eller psykisk. Jeg har sett kulturens kommuniserende kraft i møtet med eldre demente mennesker. Den kulturelle dimensjonen i ethvert menneskes liv trer tydelig fram når vi er i en sårbar eller vanskelig livssituasjon. Kunst og kultur får en helt spesiell rolle å spille i slike sammenhenger. Derfor pleier jeg å si at vi må se i retning kulturen når vi skal tenke bredt og klokt om hvordan vi skal få et helsefremmende samfunn. Det sier jeg vel vitende om at det da antagelig vil være noen som protesterer vilt, og som mener at kunst og kultur ikke må

dette til tross for at flere kor i ulike deler av landet de siste åra har oppnådd markant høgere kunstnerisk kvalitet, bl.a. gjennom å rekruttere gode profesjonelle sangere. Men bare få kor har hatt mulighet til å betale sangerne honorar på linje med det instrumentalister får. Initiativet i 2006 hadde som mål å styrke korfeltet,

Kor- og vokalfeltet trenger et løft, selv om ideene knyttet til hvordan man skal ta dette videre, har variert en del. Noen ønsker at man skal etablere et helt nytt, profesjonelt kor med fast ansatte sangere, etter modell av symfoniorkestrene. Andre mener at man må styrke et knippe av de beste korene vi har, med økte rammetilskudd, på samme måte som øvrige frie musikkensembler får sine tilskudd. Vi veit at svært mange av de beste og mest dvs. at man ønsker å være frilansere i et kor som har økonomi til f.eks. å honorere dem som lever av sangen. Jeg skal ikke legge skjul på at jeg også mener at denne siste løsninga er den beste. Derfor er jeg svært glad for den merknaden som en nesten samlet familie- og kulturkomité, dvs. alle partiene utenom Fremskrittspartiet, står bak: Stortinget løfter fram fem kor fra ulike deler av landet, kor som alle har oppnådd høy kvalitet, og som med utgangspunkt i ulike vokaltradisjoner driver det jeg nesten vil kalle vokal grunnforskning. Jeg vil berømme det store flertallet i kulturkomiteen som har sett hva denne tildelinga, som er kommet over post 74 i kulturbudsjettet, vil bety for musikklivet generelt og vokalmusikken spesielt. Dette er etter min mening Stortinget på sitt beste,

Norges idrettsforbund er med sine 2,1 millioner medlemskap og mer enn 12 500 lag og klubber landets største frivillige organisasjon. Idretten er representert i alle landets kommuner og lokalsamfunn. Derfor er det gledelig at statsråden nå har varslet at det skal komme en ny idrettsmelding i 2011. Det er både gledelig og viktig. I dag kan vi lese på hjemmesidene til Norges idrettsforbund: «Dette er en merkedag for norsk idrett, en virkelig jubeldag, sier Børre Rognlien, 2. visepresident.» Han har tidligere også vært stortingsrepresentant for Høyre. Det det her vises til, er innføringen av en rettmessig og god kompensasjonsordning for kostnader knyttet til vare- og tjenestemomsen, som først og fremst kommer alle lokale idrettslag til gode, men selvsagt også andre lag og foreninger. Takket være muligheten for å kunne søke samlet etter en forenklet løsning har antall idrettslag som nå får kompensasjon, økt fra 200 i 2009 til over 3 600 i 2010. Regjeringen og statsråden har oppfylt sine løfter og sum til 396 mill. kr for hele frivillig sektor. Neste år vet vi at summen blir hele 608 mill. kr. Når vi da samtidig vet at regjeringen har sagt at innen 2014 skal denne ordningen komme opp i 1,2 mrd. kr, vil dette være et historisk løft for frivilligheten og idretten spesielt. I tillegg har vi den nye som også vil komme idrettslag lokalt til gode. Når det gjelder grasrotmidler, som jeg nevnte i et tidligere innlegg, hadde vi i 2009 nesten 211 mill. kr. I 2010 er dette anslått til 255 mill. kr. Det er viktig at økte bevilgninger innenfor frivillig sektor og idretten spesielt kommer grasrota til gode. Direkte overføringer, bl.a. vare- og tjenestemomsen, grasrotandelen, lokale aktivitetsmidler og ikke minst momsordningen knyttet til bygg og anlegg, kommer frivillig sektor til gode. De vil bidra til flere aktiviteter, flere anlegg og vil gi bedre fysisk helse og ikke minst engasjement og aktivitet i alle våre lokalsamfunn i hele

betyr det å flytte kulturmakt fra Stortinget til Kulturrådet. Denne overføringen har bl.a. rammet gjøglergruppen Stella Polaris i Stokke kommune i mitt hjemfylke. Jeg underslår ikke at det har falt mange tungt for brystet i mitt hjemfylke, nettopp fordi vi har erfaringer med Kulturrådet, og først fikk løftet bevilgningene til dette unike gjøglerteatret da de kom inn på kulturbudsjettet. Nå tar vi på sett og vis et skritt tilbake til et kulturråd som i sin tid sultefôret Stella Polaris, og som ikke ga særlig akt på middelaldersk gjøglerkultur med internasjonal anerkjennelse. Først da vi etter politisk press og kall det gjerne det – løftet Stella Polaris inn på kulturbudsjettet, fikk gjøgleriet i Stokke utviklingsmuligheter. Men det beste av alt: Vi følte da at vi hadde bidratt til å gi Stella Polaris forutsigbare arbeidsbetingelser. Nå håper jeg selvfølgelig at Stella Polaris denne gang vil få et bedre liv under Kulturrådets beskyttelse enn tidligere, men det gjenstår naturligvis å se. Med sitt forkjærte utgangspunkt reiser Dagbladet egentlig en nyttig debatt, nemlig om det er politikerne som skal styre kulturpolitikken, og i hvilken grad, eller hvor mye som skal overlates til kulturbyråkratene eller Kulturrådet. Jeg underslår ikke – ja, jeg vedkjenner meg – at jeg som politiker har bidratt til å løfte fram kulturtiltak som ellers ikke ville fått statsstøtte. Hadde det ikke vært for det samme politiske engasjementet, er det min påstand at mange gode kulturinitiativ simpelthen hadde visnet og dødd hen. Jeg ser ikke annet enn at kultureliten også er snare til å søke politisk støtte når det er noe de trenger penger til. Slik skal det og må det selvfølgelig være. Tenk om det motsatte var tilfellet – om vi hadde politikere som ikke brydde seg, som ikke ønsket å sole seg i glansen av gode kulturtiltak fra landsende til landsende. Da ble kulturlivet fattigere. Ytringsfriheten er noe av det

ytringer. Ser vi oss litt tilbake, var Muhammed-tegningene et eksempel på hvordan vi ble særdeles sterkt utfordret i ytringsfrihetens navn. Særdeles vanskelig ble det da norske verdier i utlandet ble rasert. Selv når de mest dramatiske bildene rullet over skjermene, ble ytringsfriheten forsvart. Mange satt igjen med en følelse av at ytringsfriheten noen ganger gjør svært vondt, bokstavelig talt. Men i disse WikiLeaks-tider er det nå Vesten som utfordres på ytringsfrihetens alter. Vi kan alle ha meninger om hvordan WikiLeaks har fått tilgang til sin informasjon, men den er der, og den er tilgjengelig. Da er det interessant å registrere at når de vestlige demokratiene blir utfordret så direkte som de gjør gjennom WikiLeaks-avsløringene, kjøres det et stormløp for å forhindre at den informasjonen som nå er er i WikiLeaks’ hender, skal bli enda mer tilgjengelig. Det gjøres ved å forsøke å stenge tilgangen til selskapets dataservere og å hindre selskapets tilgang til egen økonomi via kortselskap og betalingstjenester. Det er etter mitt syn ikke akseptabelt. Spesielt USA har vært aktiv i disse forsøkene. Men det ser ut til at denne kampen om å forhindre tilgang på informasjon på informasjon nok er tapt. Det motsatte skjer: Informasjon blir enda mer tilgjengelig gjennom et nettverk av dataservere verden over. For egen del håper jeg at myndighetene verden over ikke skal utøve denne form for informasjonskontroll – om den er aldri så kontroversiell og utfordrer oss på de mest ømme punktene. Vi kritiserer Kina for det de gjør overfor sin befolkning, sist i forbindelse med fredsprisutdelingen – til og med nrk.no ble forbudt. Vi må ikke gjøre det samme som vi kritiserer Kina så sterkt for. Jeg registrerer at det dessverre gjøres sterke forsøk på å følge Kinas eksempel. Det må vi forhindre skjer. Vi må tåle å bli eksponert for ytringsfriheten, selv gjennom de metoder WikiLeaks utfordrer oss ved. Det er først da vi får testet oss selv – om vi virkelig vil verne om

jo er regjeringas felles prioritering når det gjelder norsk kulturpolitikk. Der står det bl.a.: «Det skal gjennomføres et kulturskoleløft slik at alle barn som ønsker det får et kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris. Dette skal sikres ved statlige stimuleringsmidler og en solid kommuneøkonomi. Utvikling av et mer omfattende kulturskoletilbud i tilknytning til SFO/skole skal utredes. Det skal være rom for ulik lokal organisering av kulturskolen. Det skal legges til rette for synliggjøring av kulturskolen og for talentutvikling.» Som vi alle vet, ble det satt ned et utvalg, og vi har fått en rapport. Den rapporten er nå ute på høring, og høringsfristen er allerede den 14. februar. Måtte nå mange – ikke minst kommuner – engasjere seg i denne høringa, for dette er viktig, og det er krevende. Det opereres med utsagn her som «god kvalitet», «rimelig pris», «solid kommuneøkonomi» osv. Dette er krevende. Det er også krevende fordi her skal

henimot en helhetlig grunnskoledag – ikke for å koble av fra læring ved å ta kunst- og kulturfagene mer inn, men tvert imot for å øke læringseffektiviteten og ikke minst dette med dannelse, som er så viktig i skolen vår. For det er et problem – og der er utvalget veldig gode – at kunst- og kulturfaget har fått lavere status i skolen vår i det siste. Denne utviklingen må vi ikke bare stoppe, men vi må reversere den, slik at vi får kunst- og kulturfag klarere inn. Da er det godt at vi har fått 40 mill. kr i år, og at vi skal få 40 mill. kr neste år, men vi er alle enige om – med unntak av Fremskrittspartiet – at hvis dette skal realiseres på en god måte og bygges videre ut, slik vi alle vil, så må det mer penger på bordet, slik at en ikke bare får inn dette perspektivet i 1.–4. klasse, men gjerne også tar det videre oppover i skoleårene. Og én måte å ta

Det ser jeg frem til, men jeg vil minne om at det i og for seg ikke er noe i veien med hjemmelsgrunnlaget for å forsvare opphavsrettighetene i dag heller. Det som det er noe i veien med, er vår vilje til faktisk å gjøre det, altså til å sette krav bak det. Jeg savner et større initiativ og en større vilje fra regjeringen når det gjelder det. Jeg merket meg at Økokrim fikk åtte – eller kanskje det til og med var ni – stillinger på kultur, og ingen av dem var for å håndheve opphavsretten. De var alle sammen dedikert kulturminnevern. Jeg tror det kunne vært minst like viktig å dedikere dem opphavsretten og ta den ubehageligheten det er faktisk å følge opp bedre på det området. Så er det herved sagt. Punkt to: Det dreier seg om det andre viktige kulturdepartementet – det heter Finansdepartementet. Der arbeides det mye med moms for tiden. Vi har moms på e-bøker, og vi får kanskje moms på aviser – det er ikke godt å vite – og vi har momsproblematikk knyttet til e-tjenester, og vi har kulturmoms. I det hele tatt er det mye på moms. Men når det gjelder de første jeg nevnte, er det felles for dem at de er allmenningen». Jeg mener at det står et viktig slag om hvorvidt man ser det som mulig eller ikke å sette opp noen gjerder i den «allmenningen». Jeg ville ikke bli veldig overrasket hvis noen i Finansdepartementet kanskje mener at de gjerdene vil de helst ikke ha – rett og slett fordi da blir det mer krøkkete og vanskelig å håndtere momsspørsmålene. Men sett med kulturpolitiske å greie å sette opp noen slike gjerder. Det handler om viktige ting å forsvare innenfor veldig mange saksområder. Og så fikk jeg en utfordring fra kulturministeren – om det var mindre instrumentelt å bruke kulturmidler på næring. Nei, selvfølgelig er det ikke det. Det er et uttrykk for instrumentalisme, og jeg tror vi godt kan drive instrumentalisme på en del områder. Høyre vil være med på det hvis det ikke blir – jeg holdt på å si – altfor mye. Men vi skal si det når vi gjør det, vi skal være klare når vi gjør det, og det skal følge penger med til det vi ønsker. Min kritikk mot regjeringen vil gå på der hvor man legger inn føringer mer generelt, f.eks. i tildelingsbrevene. Og da kommer jeg jo ofte – kanskje til det kjedsommelige – tilbake til Trond Giskes mangfoldsår, som jeg synes var et skikkelig overtramp når det gjaldt akkurat det. Ellers har også vi vært opptatt av å skape en organisasjon innenfor kultur og næring, men det er jo mer tenkt som en motsats til Kulturrådet og som en maktspreder i forhold til Kulturrådet av i dag. Det er

viktig politisk sak, og jeg vil også si at den rød-grønne regjeringen i årene deretter har vist både vilje og evne til å gjennomføre opptrappingen på budsjettene fra år til år. Nå har jo spesielt den første Stoltenberg-regjeringen fra 2005 hatt et helt unikt økonomisk handlingsrom. Det har vært historisk gode tider. Regjeringen kom til duk og dekket bord, som Arne Strand i Dagsavisen skrev, og da tenkte han altså på den økonomiske situasjonen i Norge. Så det skulle bare mangle at man ikke også priorterte kulturlivet. Men jeg synes likevel det står respekt av den veksten vi har sett. Derfor er jeg også veldig glad for å understreke at Høyre har stått på denne veksten i kulturbudsjettene. Høyre har ikke tatt én krone fra kulturbudsjettene i løpet av disse årene, og det er jeg veldig glad for. Så er det kanskje viktigere å få fram forskjellen i tenkningen. Når man er enige om å bruke mye penger, og mer penger over tid, Så er det kanskje viktigere å få fram forskjellen i tenkningen. Når man er enige om å bruke mye penger, og mer penger over tid, blir det kanskje innretningen på pengebruken – policyen om man vil – som blir viktig. Der skiller Høyre og regjeringspartiene – kanskje først og fremst Arbeiderpartiet som har hatt statsråden i disse årene – lag. Man kan kanskje si mye annet pent om Arbeiderpartiet, jeg tror jeg skal la det være med det mangfold og maktspredning er sannsynligvis ikke det man først og fremst tenker på når man ser på og diskuterer Arbeiderpartiets filosofi, ideologi og historie. Det har vært sagt tidligere her at Arbeiderpartiet – den rød-grønne regjeringen – har et instrumentelt syn på kulturfeltet og på kulturpolitikken. Det tror jeg ikke man behøver å være historiker eller ha noen spesiell kompetanse for å kunne påvise. Historien viser det, og vi ser det også på en rekke andre samfunnsområder. Jeg jobber selv nå mest med forskningsfeltet og forskningspolitikk. Det er nøyaktig den samme diskusjonen der. For øvrig er det mange interessante likhetstrekk mellom kulturfeltet og forskningsfeltet som det er interessant å se på. Når det gjelder filmsatsingen, som er nevnt her – som har vært flott

på. Ja vel, jeg kan si at det er en spesiell måte regjeringspartiene leser Fremskrittspartiets kulturbudsjett på også. Vi blir her beskyldt for at vi kutter drastisk, og at vi raserer Kultur-Norge – hadde Fremskrittspartiet vært i regjering, hadde det ikke vært noen kultur i det hele tatt. La meg da først få si at vi i Fremskrittspartiet aldri har sagt at vi ønsker å bruke 1 pst. av statsbudsjettet til kultur. Når representanten Vågslid sier at Fremskrittspartiet kutter 1 mrd. kr per år, er det helt feil. Fremskrittspartiet har, som alle andre år, lagt fram sitt budsjett. Årets budsjett på kultur er 662 mill. kr høyere enn det det var i fjor. fjor. Så husker man kanskje at tidligere kulturminister Giske ble hyllet av Kultur-Norge for en fantastisk satsing på kultur, det var vel i 2007. Ja, Fremskrittspartiets budsjett i år er faktisk over 800 mill. kr høyere enn det budsjettet som Giske la fram og ble hyllet for.

Så sa statsråd Huitfeldt i sitt innlegg at hun hadde regnet på at billettene til «Reisen til Julestjernen» kom til å koste 1 000 kr med Fremskrittspartiets budsjett. Jeg Så har jeg lyst til å minne statsråden på at i går ble det lagt ut billetter til Rihanna-konserten som skal være neste år. I løpet av 3 minutter var den utsolgt. Det var billetter med pris fra 600 kr til 650 kr. Så det går an å tjene penger på ting, og det går an at markedet styrer en del konserter og

en del på at man kan ha frivillighet og sponsorer. Da vi var og besøkte USA med Forum for Kultur og Næringsliv i vinter, vi virkelig se at Fremskrittspartiets politikk går an, for der satser de på frivillighet, der satser de på at private aktører og sponsorer kan være med og støtte kulturen. Det er en del av innretningen som Fremskrittspartiet har på sitt

Det at vi ikke har de samme splitt-og-hersk-forsøkene og forsøkene på at noen få partier skal ta eierskap til noe som flere partier har vært med på, bidrar til å styrke kulturpolitikken og grunnlaget for videre vekst i kulturbudsjettene i årene framover. Så var representanten Tove Karoline Knutsen ikke fornøyd med kritikken som ble rettet mot de rød-grønne for at de fører en instrumentell kulturpolitikk. Jeg er enig i at kulturen tåler møtet med livets ulike områder og livets utfordringer. Spørsmålet er om kulturpolitikken tåler det samme møtet med andre for at de fører en instrumentell kulturpolitikk. Jeg er enig i at kulturen tåler møtet med livets ulike områder og livets utfordringer. Spørsmålet er om kulturpolitikken tåler det samme møtet med andre sektorer. Dette er jo en diskusjon ikke bare om praktiske forhold og hensiktsmessighet, men en debatt som handler om hvordan politisk makt kan brukes, og hvordan politisk makt kan misbrukes. Det er det denne debatten handler om, og derfor er det behov for større ydmykhet i forhold til det. Når det

om å styrke korfeltet, men det som ligger inne i budsjettet her, legger ikke noe grunnlag for noen profesjonalisering. Man er langt unna noe som gjør at vi kan snakke om å ha et profesjonelt kor på det nivået som vi ønsker og bør ha ambisjoner om, i det som ligger her nå. Til slutt vil jeg si at Kulturskoleutvalget, som det har vært referert til mange ganger i dag, overhodet ikke peker på det som de rød-grønne i hvert eneste innlegg om kulturskolen kommer inn på, at kulturskolen og SFO nærmest skal smelte sammen. Utvalget sier tvert imot at vi har kulturskoler over hele landet, tilpasset de lokale forholdene som de faktisk lever under. Så må vi videreutvikle løsningene basert på de lokale forholdene. Det er det det utvalget faktisk løfter fram, og det er det som er jobben framover.

lagt inn en ekstra kupong nettopp fordi man hadde muligheten til å støtte sitt lokale idrettslag eller lokale kor. I min hjembygd, Gryllefjord på Senja, som har 400 innbyggere, kommer man langt opp på lista over fylkets grasrotandel, nettopp fordi folk ønsker å støtte det lokale Derfor tror jeg at representanten Skei Grande tar feil i at ikke dette har gjort at noen spiller litt til, uten at de av den grunn spiller seg fra gård og grunn. Det ønsker vi heller ikke. Et ord om Norsk kulturråd. Jeg støtter at Norsk kulturråd skal ha en viktig rolle i norsk kulturliv, men jeg forstår representanten Olemic Thommessen når han sier at han er redd for sentralisering og maktkonsentrasjon. For det tjener ikke kulturlivet. Så jeg forstår hans bekymring. Nettopp derfor la den rød-grønne kulturfraksjonen inn en veldig tydelig merknad da vi behandlet Kulturrådet i forrige periode, hvor vi sa at det er viktig at man har god geografisk rekruttering både til rådet og til utvalgene. Jeg har selv sittet i Norsk kulturråd, og jeg har sett at de beste utvalgene er de som kan veldig mye om kulturlivet over hele landet. Derfor er de folkene som sitter i Kulturrådet, faktisk helt avgjørende for om dette skal bli en sementering, eller om dette skal åpne opp for kulturlivet over hele landet. Derfor er det viktig. Så litt om kunstnerisk skjønn. Debatten har gått som om kunstnerisk skjønn er en eksakt vitenskap. Det er det ikke. Kunstnerisk skjønn som folk utøver, er selvfølgelig avhengig av det ståstedet som menneskene har, både geografisk, sosialt og kunstnerisk. Derfor skal vi erkjenne at Norsk kulturråd er en betydelig kulturpolitisk maktfaktor i norsk kulturliv, og derfor er det så viktig at man har den gode balansen mellom Kulturrådet, departementet og Stortinget. Derfor var jeg også veldig glad i stad da jeg snakket om det Stortinget har gjort for å få til dette løftet for kor- og vokalmusikken. Og nei, som representanten Håbrekke sa, det er ikke sånn at vi er ferdig profesjonalisert, men det å løfte rammene for noen av de beste korene i landet er et veldig viktig steg på veien. Det er jeg veldig glad for, og jeg vil berømme flertallet i kulturkomiteen, som har lagt inn
En representant for Arbeiderpartiet fra Finnmark, Kåre Simensen, sto her oppe og garanterte for mangfold innenfor Avis-Norge i framtiden, at avislandskapet skal bestå som det gjør, og at alle aviser som fins i dag, skal få støtte, selv de aller, aller minste. Det er en spenstig garanti å gi. Fremskrittspartiet ser at det skjer mye innenfor Medie-Norge og innenfor hele medielandskapet. VG og Aftenposten er to store aviser, som drives fra Oslo, men de driver også tv-stasjoner. Hva er det vi har da? Har vi en avis? Har vi en tv? Har vi en miks? Ja, dette blir spennende å diskutere i framtiden, men å stå her og garantere noe synes jeg er virkelig tøft. TV8 har vi nå fått i Follo og på Romerike. De har startet opp en lokal-tv, men har mye konkurranse fra de store tv-selskapene. Men de har også Som jeg sa innledningsvis, driver de tv-stasjoner. Her er det utfordringer. Så vil jeg over til et annet område, som jeg spurte statsråden om i en replikk. Det var om slottsmuseet, noe som jeg syntes hørtes spennende ut. Jeg syntes prosjektet var spennende. Jeg synes det er fint at alle partier har stått samlet både i kontroll- og konstitusjonskomiteen i kulturkomiteen om denne gaven. Nå har jeg forstått at man ikke skal snakke om gaver når det kanskje lyttes. Flertallet i disse to komiteene har sagt at det er ikke snakk om en utstilling, men de har nevnt ordet slottsmuseum. Derfor synes jeg det er merkelig at man fra statsrådens side sier noe annet enn hva som står tydelig i enstemmige merknader fra disse komiteene – ja, i hvert fall kontroll- og konstitusjonskomiteen. Helt avslutningsvis: Rjukanbanen ble nevnt, og at Fremskrittspartiet slår politisk mynt på Rjukanbanen. Da vil jeg nevne for representanten Vågslid at vi også har ment noe om Aurskog-Hølandbanen, som har en infrastruktur som står og forfaller, men som er en viktig kulturarv på linje med Rjukanbanen. Den er kanskje ikke så flott og kommer ikke på noen verdensarvliste, men den er i hvert fall viktig for kulturarven. For oss er det ikke viktig å slå politisk mynt, men at den kommer på plass.

Det tror jeg også, ikke minst fordi Fremskrittspartiet neppe kommer i regjering uten å gjøre det sammen med Høyre. Da vil nok Høyre kanskje være ivrigere etter å få kulturministeren enn Fremskrittspartiet vil være – i alle fall hvis vi skal tro på Carl I. Hagens analyser av Fremskrittspartiets prioriteringer. Så jeg tror kulturlivet kan slappe godt av. Så er det slik at

og geografisk. Jeg tror at Arbeiderpartiet og kulturministeren, i større grad enn en kulturminister fra Høyre, liker de sentrale organer, de sentrale aktører, de nasjonale institusjonene og de store organisasjonene. Ja, kulturministeren har til og med direkte overfor meg påstått at små, uavhengige organisasjoner eksisterer ikke i Norge – alle er en del av noe større. Der er vi altså helt uenige. Derfor er det veldig godt å høre Tove Karoline Knutsen, som er enig i at det er en reell fare for at det blir maktkonsentrasjon i Kultur-Norge, og ikke minst også når det gjelder den politiske styringen over Kultur-Norge. Høyre er i mindre grad enn Arbeiderpartiet, tror jeg jeg kan si, tilhenger av sterk politisk styring av et så pass skjørt, men likevel så viktig felt som kulturfeltet. Der har vi nøyaktig den samme prinsipielle tenkningen og tilnærmingen til f.eks. forskningsfeltet, som har mye til felles med dette. Det som er den store utfordringen for et lite land som Norge, det er jo at det er veldig lett å få sentralisering. Vi har ikke størrelse, mennesker og kompetanse nok til å spre alt tynt utover. Det må vi erkjenne. Desto viktigere blir det å opprettholde og forsterke noen få utfordrere geografisk eller når det gjelder måten de største tenker på. Oslo vil alltid være hovedstad. Oslo vil alltid ha de store nasjonale institusjonene. Men hvis det er blir sittende igjen med – og jeg setter det naturligvis nå på spissen på en del områder – vil Kultur-Norge tape på det. Vi trenger utfordrerne, vi trenger sterke kulturbyer som Bergen, Stavanger og andre byer, hvor man har folk og kompetanse som kan utfordre hovedstaden og tenkningen

hvor representanten Warloe mente at alle uavhengige organisasjoner i Norge ikke får momskompensasjon, hvilket de får. De som er tilknyttet en fylkesorganisasjon eller er sentrale eller er en stor virksomhet, vil få momskompensasjon. Å forvrenge mine ord bidrar ikke til en opplyst kulturdebatt. Jeg syntes det var et interessant poeng Henning Warloe kom med i sitt innlegg. merket meg at han – i motsetning til representanten Olemic Thommessen, som ved gjentatte anledninger i denne sal er opptatt av å vise forskjellen mellom Høyre og Fremskrittspartiet i kulturpolitikken – kom med et historisk innlegg, hvor han viser at Høyre og Fremskrittspartiet kan finne sammen også på dette området. Jeg ser at representanten Horne smiler, og jeg ser vel at dette er i Høyres kulturpolitikk. Fremskrittspartiet snakker også i denne diskusjonen om at vi skal ha mer kommersielle aktører, at foreldre har råd til å betale 600 kr for og konsert, og de snakker om det selvtilfredse og selvhøytidelige kulturlivet. Her er det store forskjeller mellom høyresiden og venstresiden i norsk politikk, og jeg er ikke spesielt positiv til de nye signalene fra Høyres representant i denne saken. Henning Warloe har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad,

regjering. Da betyr det at man må bli enige om alle deler av regjeringens politikk. Jeg tror det er ganske raskt gjort fordi Fremskrittspartiet kommer til å gi seg. Fremskrittspartiet har allerede sagt i flere sammenhenger, fremtredende talspersoner for partiet, at kulturpolitikken er ikke det som vil være avgjørende for Fremskrittspartiet. Jeg forholder meg til det, og jeg tror at det er en ganske god teori. Det betyr at Høyre

da har

for dette. Det

er ute

har

hun

tror jeg

presidenten

store
Da er Stortinget klare til votering. er det satt fram i alt 39 forslag. Det er forslagene nr. 1, 2, 8 og 9, fra Linda C. Hofstad Helleland på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og

dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.